større og samla behandling, ei meir forsvarleg behandling, i neste runde. Kva framtida til dette fisket skal vere, er noko som da truleg må kome opp. Eg vil i alle fall seie at når det gjeld å høgje kravet til å delta i dette fisket, meiner eg at måten ein har lagt opp denne modellen på, som gjer at unge menneske får kome inn i fisket, har vist så mange store suksessar på Finnmarkskysten, med så mange unge fiskarar som har klart å kome seg utpå, at skulle ein begynne å høgje kravet, begynner vi å bevege oss bort frå det som er poenget. Og det kan eg i alle fall signalisere allereie no at vi er veldig skeptiske til. Her er det to stortingsrepresentanter, representanten Bakke-Jensen og representanten Grimstad, som har fremmet et Dokument 8-forslag om å utvide områdeadgangen til det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Finnmark. Jeg har så mye respekt for Stortinget at å kalle det cowboy-forslag når våre øverste folkevalgte fremmer forslag som de tydeligvis tror på, synes jeg er litt å gi alle fartøy i Finnmark en mulighet til å fiske kongekrabbe i dette området har bakgrunn i at det har rent mye vann i sjøen siden 2005. Ikke minst når det gjelder størrelsen på kvotene, ikke minst når det gjelder pris, ikke minst når det gjelder det å få en betydelig inntekt av krabbefiske, har det skjedd mye siden 2005. Men så har det jo også kommet på plass en ny politisk ledelse i det er noen som ikke har registrert det. Jeg er glad for at komiteen i sin innstilling bemerker at det er bred politisk enighet om hvordan vi skal forvalte kongekrabben. Det er en enighet som har stått seg over tid – og også om at forvaltningen har vært en suksess. Det er vi alle enige om. prinsippene som legges til grunn, og som har ligget til grunn for forvaltningen av kongekrabbe, fortsatt ligger fast, slik det også går fram av Meld. St. 17 for 2014–2015, som ble lagt fram våren 2015. Representantforslaget ber om at fartøy fra hele Finnmark skal få fiske i det kvoteregulerte området. Jeg hører flere si og er litt skeptiske til at flere og flere begynner å få noen utfordringer – også helt ned til Troms, faktisk. Det er kanskje også et argument for å utvide og få flere til å fangste, slippe flere fartøy til. Hvis det er sånn at man på tross av økte kvoter og økt aktivitet fortsatt ikke har fått kontroll på denne krabben, som snart spaserer i hovedgatene i enkelte områder oppe i Finnmark, burde man kanskje ha lagt inn noe mer. Som jeg sa – de siste årene har kvotene med kongekrabbe økt betydelig, og det har vært oppnådd en meget høy pris, slik at inntjeningen nå er betydelig høyere enn da premissene ble lagt i 2015. Det burde også vært lagt til grunn. Derfor mener også undertegnede at deltakelsen skulle vært økt. Jeg merker meg selvfølgelig at forslaget som har kommet på bordet, og innstillingen fra flertallet i næringskomiteen i første omgang ber om en tilslutning til å gi Måsøy tilgang i det kvoteregulerte området allerede fra 2017. Da var det jo en lykke at jeg fastsatte foreløpige, midlertidige kvoter med bakgrunn i respekt for Stortinget fordi jeg forsto det slik at det i desember var flertall i Stortinget for å inkludere hele Finnmark. Derfor fastsatte jeg midlertidige kvoter. Nå skal jeg selvfølgelig etter vedtaket i Stortinget i dag fastsette de fullverdige kvotene for resten av året å skape forutsigbarhet, og da også ta inn Måsøy. Jeg mener at kongekrabben har påvirkning på hele Finnmark fylke, og at fartøy fra hele Finnmark burde delta. Nå skal jeg selvfølgelig så raskt som mulig og så godt som mulig utrede og få fram et dokument for Stortinget som gir alle mulige data på bordet når det gjelder konsekvensene av å utvide til hele Finnmark. Da følger jeg opp ønsket om å utrede konsekvensene og – selvfølgelig – utrede og vurdere hvordan aktivitetskravet, økt eller endret, vil slå ut når det gjelder å utvide området, osv. Så må jeg si til de påstandene som kommer om konsultasjonene med Sametinget, Så må jeg si til de påstandene som kommer om konsultasjonene med Sametinget, at det i hvert fall er helt sikkert at jeg der har fulgt de nødvendige prosedyrene. Jeg mener faktisk at jeg også har gått utover det som er de pålagte prosedyrene når det gjelder å konsultere med Sametinget. Jeg har hatt to møter dette året, det ene ble dessverre kansellert på grunn av noen strukturendringer i Sametinget. I dette tilfellet har Sametinget selv vært med på en høring i direktoratet, og de har bedt om konsultasjoner med næringskomiteen.

Måsøy er i dag dei som er mest plaga, og som ikkje har tilgang til kongekrabbefisket i dag. Korleis forklarar statsråden at Høgre og Framstegspartiet er for at alle skal inn, men er imot at dei som er mest plaga, skal få koma inn i fisket? Dette prinsippet ligger fortsatt fast, men er imot at dei som er mest plaga, skal få koma inn i fisket? Dette prinsippet ligger fortsatt fast, men det prinsippet inneholder også at dess lenger vest en kommer, dess mindre plaget skal en være. Det har aldri vært sånn at en har ekskludert alle fra å delta i krabbefisket i så måte. Jeg regner med at det er derfor man tar inn Måsøy, fordi de er veldig plaget med kongekrabbe. Og så er det også andre i Vest-Finnmark som har de samme utfordringene med hensyn til krabbefisket. Det blir sagt her fra talerstolen også at man i dag ser at utfordringene med kongekrabben kanskje er større enn det man la til grunn på det tidspunktet da man la dette prinsippet, som jeg faktisk er enig i. Men så er det også andre momenter her, som jeg sa i mitt innlegg: Vi har økt kvotene betraktelig, prisene har økt betraktelig, inntjeningen har blitt betydelig bedre, og når inntjeningen blir betydelig bedre, får en også bedre betalt i forhold til konsekvensene av kongekrabben. Eg takkar for svaret. Men det naturlege ville vel då vera ei gradering etter kor plaga ein var, og ikkje at alle i Finnmark skulle ha full Komiteen har i merknads form støtta hovudprinsippet om kongekrabbeforvaltninga, underforstått at prinsippet om «mest plaga» skal gjelda. Men komiteen er òg samla i synet på ulik gradering av plagene av kongekrabben, og at plagene minkar jo lenger vest ein kjem – akkurat som statsråden òg påpeika. Kongekrabben er komen til Troms, og havressurslova slår fast at fiskeressursane tilhøyrer det norske folk i fellesskap. Statsråden, Høgre og Framstegspartiet ser bort frå dette med «mest plaga» og går inn for at heile Finnmark skal få sleppa inn i krabbefisket utan at konsekvensane skal synleggjerast. Når ein forlèt prinsippet om «mest plaga», kvifor avgrensa det til Finnmark fylke? Jeg er godt kjent med at til og med fiskere i Trøndelag ønsker å delta i kongekrabbefisket, så jeg har fått kritikk derfra også. Men så vil jeg understreke at dette er et representantforslag som er fremmet av stortingsrepresentanter, og er ikke – som saksordføreren var inne på – et forslag fra undertegnede. Dette er et forslag som er fremmet i Stortinget. Det er klart at man kan gjerne gradere det, men ut fra – og jeg gjentar – den inntjeningen som eksisterte i 2016 kontra det man la til grunn i 2015, og ut inntjeningen som eksisterte i 2016 kontra det man la til grunn i 2015, og ut fra konsekvensene i forhold til prinsippet om størrelsen på kvotene, som er betydelig større nå, så er det det som ligger til grunn for at man kan utvide i mye større grad. Inntening og høg kvote har nær samanheng, og fjorårets høge krabbekvote vart sett i samråd med forskarane, i motsetning til årets høge kvote, som er sett såpass høgt trass i at forskarane anbefalte eit lågare tal. Kan statsråden seia kva han byggjer årets kvotetal på? Kvotene er godt begrunnet når det gjelder det som er satt for 2017. Det viser også resultatet for 2016, og det vil vise seg også i 2017. Det blir jo gitt uttrykk for også fra talerstolen fra representanter at problemet kanskje er vesentlig større enn det vi faktisk var klar over. Derfor tror jeg også at både departementet og Stortinget har truffet rimelig bra når det gjelder høsting og fangst av kongekrabbe i Finnmark. Eg forstår det slik på fiskeriministeren at dersom ein er

Der er det sånn at med ein gong ein kjem på noko som luktar Kvænangen, skal det stoppe opp. Kva er prinsippet statsråden byggjer på – at det skal stoppe akkurat i Finnmark og ikkje gå nedover i Troms? Jeg har ikke fremmet noe forslag her. Det er Stortinget som har fremmet et forslag. Nå skal jeg utrede dette med bakgrunn i det som blir vedtatt i Stortinget i dag, og da kan jeg gjerne også utrede konsekvensene av å gå lenger nedover, og ta med Troms, Nordland – og Trøndelag også for den del – og lage ulike modeller av det. Men i dag følger jeg prinsippet som ligger fast, at det er de som har byrden, som skal ha fangsten. Så er jeg villig til å trekke det utover og fjerne grensen i Finnmark, fordi jeg ser at også i Så er jeg villig til å trekke det utover og fjerne grensen i Finnmark, fordi jeg ser at også i Vest-Finnmark har man utfordringer og byrder med det, som sier at kvotene har blitt så høye nå, inntjeningen har blitt så høy nå, at man også i Øst-Finnmark vil ha inntjening nok i forhold til konsekvensene man har av kongekrabben. Jeg tror at vi kan bruke noe av inntjeningen opp mot å slippe flere til fra Vest-Finnmark, for at de også skal få en kompensasjon i forhold til de byrdene de har. At man har disse byrdene i Troms i like stor grad som i er jeg litt usikker på, men det kan jeg gjerne utrede. Da høyrer eg statsråden sånn at det han sa om at han støtta det med heile Finnmark, det er berre delvis riktig. Han er eigentleg open for å utvide heile området ut ifrå ulempeprinsippet som skal liggje til grunn. Det er vi veldig opptatt av, at her må vi ha ein ordentleg ulempegjennomgang for å sjå på kor store problema er rundt omkring før vi begynner å tøyse til dette. Men det er éin ting eg lurer veldig på. Kvotane har vist seg å vere for låge, det har fiskarane sagt. Her Men det er éin ting eg lurer veldig på. Kvotane har vist seg å vere for låge, det har fiskarane sagt. Her er det eit samarbeid mellom fiskarar og forskarar som må til. Det er på ein måte kjeldene, det er dei som er i dette kvar dag. Dei har sett at det er altfor låge kvotar. Det ligg føre eit forslag frå partikameratane til statsråden om at ein skal heve kravet for å delta i dette fisket. Men samtidig seier statsråden at vi treng fleire folk til å drive på med dette fisket. Men hever ein kravet, får ein jo ikkje fleire folk. Korleis får ein dette til å hengje på greip? Det henger sammen med det som jeg tror jeg har sagt tre eller fire ganger nå. Som også representanten peker på, har kvotene blitt betydelig større. Inntjeningen har blitt betydelig høyere. Det man eventuelt måtte tape på annet fiske, skal man kompenseres for. Og når inntjeningen har blitt så stor på kongekrabbe, er

Dette er et representantforslag. Jeg har sagt at jeg deler tankene til de representantene som har fremmet dette forslaget om å inkludere Vest-Finnmark. Når statssekretæren til statsråden går ut og seier at han vil inkludere heile Finnmark, var det sagt som privatperson, eller var det sagt som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet? Jeg regner med at når statssekretæren har uttrykt under et foredrag at han deler tankene om å inkludere Vest-Finnmark, så står vel statssekretæren bak det. Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Komiteen har hatt ein lang dag, og

for det andre – om vi skulle gjera det. Då kom vi fram til at nei, vi ville be regjeringa stå for konsultasjonen. Men dette var før representanten Davidsen kom inn i komiteen, det var medan Bakke-Jensen var medlem i komiteen, så ho er unnskyldt, for ho kunne ikkje vita det. Komiteen konkluderte som sagt med at det var best og mest riktig at det var regjeringa som stod for dette, og eg må berre tilstå at eg trudde det var gjort, og eg bad om å få ein kopi av protokollen. Det var då vi fekk protokollen, at vi vart klare over at konsultasjonen ikkje var gjennomført på riktig måte, for der går det veldig tydeleg fram at dette måtte verta sett på som ein samtale og ikkje som ein konsultasjon. Den kopien har alle i komiteen fått, så den er det heller ikkje noko problem for Davidsen å få tak i. Men eg skal ikkje bruka meir tid på å snakka om snøen som fall i fjor. Eg vil berre oppmoda om det som ein samla komité no har sagt veldig klart ifrå om, at for ettertida skal konsultasjon gjennomførast i slike saker, og det er det viktig at ein tek med seg. Då må ein sørgja for

og da er det forståelig at folk blir forvirret. Forslaget ville vært et grunnleggende brudd med et av hovedprinsippene i krabbeforvaltningen, nemlig at de som bærer den største byrden – i form av ødelagte garn, i form av dårligere forhold for fisket – også skal få den største gevinsten. Da er det ikke rart at fiskere har blitt fortvilt,

For det er et spørsmål om forutsigbarhet, det er et spørsmål om hvilke signaler man skal sende til dem som er interessert i å investere i næringen, og dem som er interessert i å gå inn i yrket. Så må jeg si at det er positivt at Måsøy innlemmes. Det er i tråd med noe Finnmark SV har jobbet for. Det er bra at komiteen har klart å samle seg om det. Det er også bra at de partiene som tidligere har varslet at de støtter statssekretæren, representantene, regjeringen – alt ettersom hvem som snakker – sitt forslag, nå har sett på fakta, har hørt på fiskerne i øst og snudd.

Så la meg slå det fast: Både Høyre og Fremskrittspartiet er for at Måsøy skal få delta i dette fisket. I det opprinnelige forslaget ønsket vi at hele Vest-Finnmark skulle få delta – naturligvis da også Måsøy, som er en del av Vest-Finnmark. I den grad Heggø i framtiden vil referere til andre partiers politikk, ville det faktisk vært

at man skal inkludere Vest-Finnmark. Som jeg sa i mitt i hovedinnlegg: Da jeg ble kjent med at det var et flertall i Stortinget for å inkludere Vest-Finnmark i desember, satte jeg faktisk midlertidige kvoter i påvente av vedtak i Stortinget, av respekt for Stortinget. Så det er den forvirringen som eksisterer. Det kan jo ikke være forvirrende at to stortingsrepresentanter fremmer et representantforslag. Etter 18 år i Stortinget vet jeg ikke hvor mange representantforslag jeg har fremmet, og hvor mange som blir fremmet, men det er jo demokratiet i så måte. Når det gjelder å konsultere Sametinget: Jeg har sittet og lest prosedyrer og retningslinjer for konsultasjoner med Sametinget.

og aktivitetskravet, har Sametinget svart på det i høringen. Men jeg er jo helt enig med representanten Heggø: Nå gjelder det å se framover. Jeg skal gjøre det som er aldeles nødvendig for at Stortinget neste gang er best mulig forberedt, når det gjelder både kunnskap og konsekvenser knyttet til både å utvide

gjort. Eg registrerte også at Senterpartiet tok sjølvkritikk i sitt innlegg her frå talarstolen. Då må ikkje Arbeidarpartiet vere så opptatt av å kritisere at ein ikkje adresserer rett, for den adressa som representanten Heggø sende det til, er berre feil. Det blå kaoset, som representanten Bergstø viste til, er det faktisk dei raud-grøne sjølve som har bidrege til. Verken slik eller sånn har det vore frå vår side. side. Når ho snakkar om blått kaos og fiskarar som ønskjer seg føreseielege forhold, kan vi forstå det. Verda er i endring. Men det var jo også slik at fiskarar frå aust ønskte velkomen fiskarar frå Vest-Finnmark, så bildet er ikkje så eintydig som ein forsøkjer å gi inntrykk av. No må SV snart bestemme seg. Representanten Knag Fylkesnes, som gjekk fram Vi får nesten ikkje fiska nok kongekrabbe. Ja vel, korleis klarer vi å fiske nok kongekrabbe og sørgje for at desimeringa blir verknadsfull, og at ikkje krabben utvidar sitt område? Jo, det er ved at fleire får fiske, eller ved at ein driv eit meir intensivt fiske. Det var bakgrunnen for vårt forslag om å utvide områdetilgangen. Eg trudde krabben, som gir både god betaling og gode inntekter, ikkje skulle gå lenger nedover kysten. Som det har blitt referert til her frå talarstolen, har problemet blitt større og større. Det er ein diskusjon om kva som er realitetane: Er det fiskarane sine skildringar av situasjonen eller er det forskarane sine? Eg registrerer at enkelte snakkar om at vi no må ha og då er det forskarane det blir lagt vekt på. Men denne gongen er det fiskarane det blir lagt vekt på, så ein er ikkje føreseieleg i argumentasjonen når det gjeld kven ein skal stole på med tanke på forvaltninga. Eg må seie at SV sin måte å argumentere på i denne samanhengen er mildt sagt forvirrande.

Vi sit spente: Kven kjem det frå? Kjem det frå den representanten, kjem det frå den representanten? Det er full forvirring på Stortinget. Da kan ein tenkje seg korleis det er rundt omkring på bruka langs kysten. Så kjem det fram: To representantar har føreslått omtrent det som det statssekretæren har kome med. Vi lurer på: Er dette politikken til regjeringa? Korleis kan det skje at ein statssekretær plutseleg kjem og varslar at her skal det kome ei sak, og så kjem ho gjennom Stortinget? Så kjem statsråden her i dag og fortel at slik er demokratiet – slik har det blitt: Statsråden sender statssekretærane ut og varslar at det skal kome saker gjennom stortingsrepresentantar. Så blir det plutseleg starta ei utgreiing av fiskeriministeren

så forvirringa er komplett og total. Representanten Grimstad er opptatt å få fiska dette opp. Det har aldri vore slik i norsk fiskeriforvalting at det berre har vore opplysningar frå forskarar som har bestemt korleis forvaltinga skal vere. Ein har alltid brukt også folk på havet som ein del av kunnskapsinnhentinga. Slik er det. Det er berre éin ting å gjere her. Det er å auke kvotane når ein ser at det rett og slett har blitt for

forslag. Det er grunnmuren i demokratiet vårt. Så prøver Knag Fylkesnes å gjøre narr av det. En statssekretær fremmer ikke noe forslag i denne salen. Det trodde jeg Knag Fylkesnes visste. Det er representantene i denne salen som fremmer forslag. Hvis representanten Knag Fylkesnes synes at det ja da er det en utfordring. At en statssekretær signaliserer på et møte et eller annet sted at det kommer et forslag i Stortinget om den ene eller den andre saken, er ikke relevant – hvis man er kjent med at det vil bli fremmet forslag i denne salen. Man kan være kjent med at det blir fremmet forslag fra SV, man kan være kjent med at det blir fremmet forslag fra Arbeiderpartiet. som Knag Fylkesnes har problemer med, er at han ikke aksepterer at andre representanter i denne sal fremmer egne forslag, mens han selv kan gjøre det – da er det helt greit. Han innledet denne debatten med å kalle et forslag fra representanter i denne salen for om representanten Knag Fylkesnes, og det sier noe om SVs syn på demokratiet og på dette huset. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes
Det var eit ganske spesielt innlegg å høyre. Det er statssekretær Berg som lanserte dette forslaget. Sånn var det. Så kom representantane Grimstad og Bakke-Jensen med sitt forslag vesentleg seinare. Det var den store lanseringa. Eg var i det møtet. Sånn skjedde det. Det var ikkje dei folkevalde som statsråden her er så opptatt av – som lanserte dette. Det var statssekretæren til statsråden. Da treng ein ikkje å vere så ekstremt god i matte for å leggje saman to og to her for å skjøne kvar dette kjem ifrå. Viss det er den typen demokrati ein er ute etter her, at til og med representantforslaga som kjem inn til Stortinget, skal vere styrte av statsråden,

Han beskriv ei verkelegheit basert på sine eigne evner til å tolke både det som blir sagt herifrå, og det som er langt frå realitetane. Det som er realitetane, er at vi har vore aktivt med i ein debatt om ein skulle utvide fisket vestover, og har konkludert med at det er hensiktsmessig å få tatt opp den debatten i Stortinget. Så vi laga eit representantforslag og orienterte våre folk i departementet om at vi ville fremje eit representantforslag, og at det ville bli ordlagt slik og slik, i tråd med det som er lagt fram. At ein statssekretær då refererer det på eit møte, var vi heilt klar over og syntest var heilt greitt. Å snu om på denne problemstillinga slik som Knag Fylkesnes har gjort i denne saka,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

lovgivning. Det betyr at norske domstoler på selvstendig grunnlag kan anvende disse på konkrete saksforhold. Det er også verdt å poengtere at sentrale menneskerettskonvensjoner anvendes som rettskilder i domstolene på denne måten – bare det understreker det sterke menneskerettighetsvernet som er i Norge. Det er viktig å få at Norge allerede er part i FN-konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, om barns rettigheter og om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det får også være inngangen til denne debatten om hvorvidt Norge skal gi sin tilslutning til de tre valgfrie protokollene om individklageordninger, som denne meldingen omhandler.

eksempel er hensynet til barnets beste, men også om dette hensynet er godt nok ivaretatt, noe som gjenspeiler seg i forslag nr. 6, fra Venstre. Når flertallet i komiteen ikke fremmer forslag om norsk tilslutning til disse tre individklageordningene nå, er det fordi det knytter seg betydelig usikkerhet til konsekvensene av norsk tilslutning. Felles for de tre nye individklageordningene er at selv om konvensjonsorganenes generelle kommentarer og anbefalinger i forbindelse med statenes periodiske rapporter gir en viss pekepinn om hvordan de tolker konvensjonene, har man etter flertallets oppfatning ikke kunnet danne seg en klar oppfatning av hvordan de vil tolke konvensjonene i

vektlagt at en eventuell uttalelse fra FN-komiteen om brudd på forpliktelsene vil kunne gripe inn i grunnleggende politiske spørsmål som kan medføre krav om vesentlige lov- og budsjettendringer. Flertallet i komiteen stiller seg derfor bak regjeringens beslutning om ikke å fremme forslag om norsk tilslutning til individklageordningen til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

i de aller fleste av FNs kjernekonvensjoner om menneskerettigheter. Dette gjelder bl.a. konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, konvensjonen om barnets rettigheter, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. De to førstnevnte konvensjonene er inkorporert i menneskerettsloven. Norge er også part i Den europeiske Den første stortingsmeldingen om menneskerettigheter på 15 år – «Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken» – ble fremmet av denne regjeringen i 2014. Fem sentrale menneskerettskonvensjoner er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven. Bestemmelsene i disse konvensjonene skal ved motstrid gå foran bestemmelser i Norge har altså, i motsetning til en rekke andre land, gjort sentrale menneskerettskonvensjoner til intern rett med forrang framfor annen lovgivning. Det innebærer at norske domstoler på selvstendig grunnlag kan anvende disse menneskerettskonvensjonene på konkrete saksforhold. Det at sentrale menneskerettskonvensjoner kan anvendes som rettskilder i domstolene på denne måten, er en del av det sterke vernet av menneskerettighetene i Norge. Det er foreløpig få – i overkant av 20 land som er tilsluttet individklageordningene til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og barnekonvensjonen. For konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er det flere – ca. 90 land. Foreløpig er det liten eller ingen praksis fra FN-komiteene når det gjelder individklageordningene. Barnekomiteen har foreløpig ikke realitetsbehandlet en Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og Komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har realitetsbehandlet henholdsvis to og åtte saker. Det er bl.a. uklart i hvilken grad statene vil få en skjønnsmargin når det gjelder realiseringen av økonomiske og sosiale rettigheter. En klar forutsetning må være at konvensjonsorganene legger stor vekt på vurderingene som er gjort av de demokratisk valgte myndighetene i de aktuelle landene. landene. Det kan ta tid før det foreligger nok praksis fra komiteene, slik at grunnlaget for å foreta en ny vurdering er tilstrekkelig. Regjeringen fremmer altså ikke forslag om norsk tilslutning til de tre nye individklageordningene nå. Sentrale hensyn som regjeringen har lagt vekt på, er om de aktuelle konvensjonsorganenes sammensetning, arbeidsmetoder, ressurser og tolkningsmetoder er egnet til å sikre en forsvarlig behandling av klagene om konvensjonenes bestemmelser egner seg for internasjonal individklagebehandling om tilslutning til individklageordningene vil medføre økt rettsliggjøring av politiske spørsmål og begrense norske myndigheters handlingsrom – bl.a. muligheten til å bestemme økonomiske og sosiale prioriteringer

om disse klageordningene til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Derfor bør Norge ikke tilslutte seg ordningene nå. Samtidig vil jeg understreke at regjeringens arbeid for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene både nasjonalt og internasjonalt er viktig og støttes. Fremskrittspartiet stiller seg bak innstillingen og anbefalingen i denne stortingsmeldingen. Det konkluderes her med at det er

For det første er konvensjonene allerede godt beskyttet i norsk lov, og Norge har som det eneste nordiske land gitt menneskerettsloven forrang framfor annen lovgivning i Norge ved motstrid. Viktige menneskerettigheter er også tatt inn i Grunnloven. For det andre kan tilslutningen til klageordningene medføre en rettsliggjøring av det som er politiske spørsmål, og begrense norske myndigheters handlingsrom. Dette kan være tilfellet i spørsmål som går på økonomiske og sosiale prioriteringer, og avgjørelser på utlendingsfeltet. utlendingsfeltet. For det tredje kan det stilles spørsmål ved om konvensjonskomiteene som skal behandle disse klagesakene, er de best egnede til det, både når det gjelder sammensetning, arbeidsmetoder, tolkningsmetode og ressurser. Landenes egne demokratisk valgte organer har vanligvis det beste grunnlaget for å vurdere saker av denne typen. Det kan også være at FN-organer ikke nødvendigvis er forkjempere for menneskerettigheter, når vi har med verstingen Saudi-Arabia, som nylig ble gjenvalgt til å sitte i FNs menneskerettighetsråd, hovedorganet som skal styrke, fremme og beskytte menneskerettighetene. For det fjerde kan man stille spørsmål ved hvorvidt en tilslutning til disse ordningene bidrar til å skape avstand mellom de styrende og folket. Bør virkelig beslutninger som er tatt i norske dømmende organer, underkastes en en etterprøving fra en FN-komité som sitter fjernt fra Norge, uten demokratisk forankring og demokratisk ettersyn? Fremskrittspartiet mener at Norge ikke trenger å tilslutte seg individklageordningene for å styrke menneskerettighetene. Vi mener at disse kan beskyttes og fremmes på andre måter, i land og områder der det virkelig trengs. Derfor vil vi heller ikke gi vår tilslutning til forslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og SV, der de ber regjeringen komme med en ny utredning av hvorvidt Norge bør tilslutte seg individklageordningen knyttet til barnekonvensjonen når denne er mer utprøvd. FN er

bør bli tatt av folkevalde organ. Jussen skal fortolke lova. Rettsreglane må derfor vere så presise som mogleg. Viss ikkje opnar me opp for ei uheldig rettsleggjering av det handlingsrommet som bør liggje til demokratiet. Sakene me har til behandling no, reiser nettopp slike vanskelege avvegingar. Spørsmålet er: Skal Noreg slutte seg til som er frivillige tillegg til tre konvensjonar som Noreg for lengst har slutta seg til? Den første gjeld økonomiske, sosiale og kulturelle rettar. Den andre omhandlar barns rettar. Den tredje konvensjonen gjeld rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. Dei to første konvensjonane er også inkorporerte i menneskerettslova. Det inneber at vedtaka i dei motstrid skal gå føre vedtak i anna norsk lovgiving, som òg representanten Brataas nettopp gjorde greie for. Ved å gi dei forrang på denne måten har Noreg gått i bresjen internasjonalt. I Noreg er klageordningane alt godt bygde ut. For eksempel: Misliker me forvaltningsvedtak, kan me klage til Sivilombodsmannen. Urett mot barn kan bli klaga inn til barneombodet. Me kan også ta klager inn for rettssystemet, i prinsippet heilt opp til Høgsterett. I tillegg kan me ta klagesaker inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Tilføyer me individklageordningar også på globalt plan, med utgangspunkt i FNs konvensjonar, bringar me inn ytterlegare eitt nivå. Før me gjer det, må me svare på tre nøkkelspørsmål. For det første: Er konvensjonens avgjerder så presise at dei eigna seg for ei individklageordning? For det andre: Er samansetninga av klageinstansen trygg? For det tredje: Har klageinstansen lagt seg på ei tolking av konvensjonen som er konsistent, så me kjenner konsekvensane av ei norsk tilslutning? Har ein konvensjon nokså vage fråsegner, kan dei gi stort rom for skjønn. Da kan det vere meir naturleg at avgjerdene blir tatt av våre nasjonale folkevalte organ. Det gjeld f.eks. korleis me skal byggje ut velferdsstaten og prioritere mellom ulike omsyn. Me ønskjer ikkje ei rettsleggjering som unødig innskrenkar det nasjonale demokratiet. Verken Stoltenberg- eller Solberg-regjeringa har valt å anbefale norsk tilslutning til desse tre individklageordningane. Proposisjonen klargjer grunnen til det. Eit stort fleirtal i Stortinget meiner at FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettar gir eit så vidt rom for skjønn rundt positive rettar at han ikkje eignar seg godt for ei individklageordning. Konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne står i ein spesiell posisjon. Det finst motstridande omsyn. Mykje talar for at den bør få ei ny vurdering når me har meir erfaring frå praktiseringa av konvensjonen. Som saksordføraren, Kåre Simensen, på ein god måte gjorde greie for, ligg det føre eit forslag der Kristeleg Folkeparti, SV og Arbeidarpartiet ber om at regjeringa legg fram for Stortinget ei ny vurdering når me har fått meir erfaring med korleis praksisen er. Eg håpar klageinstansane blir praktiserte slik at det styrkjer argumenta for norsk tilslutning. I utgangspunktet er me frå Kristeleg Folkepartis side positive særleg til dei to sistnemnde klageinstansane, men det må vere føreseieleg, og me må kjenne konsekvensane av tilslutning. Det veit me meir om når me har fått behandla fleire saker. Derfor er det neppe siste gong Stortinget vurderer desse
eg skal

og ønsker ikke at Stortinget skal bidra til en undertegnelse av de valgfrie tilleggsprotokollene om individklageordninger. Bakgrunnen for dette er både usikkerheten om konsekvensene av å undertegne tilleggsprotokollene og også at en undertegnelse vil kunne innebære en økt rettsliggjøring av norsk politikk og forvaltning. Norge har siden 1991 vært tilsluttet FNs barnekonvensjon. Norge er også tilsluttet protokollene til barnekonvensjonen om barn i væpnet konflikt, om barneprostitusjon og om barnepornografi. FNs generalforsamling vedtok i 2011 en tredje valgfri protokoll til barnekonvensjonen om en individklageordning, som trådte i kraft i 2014. Etter oppdrag fra Utenriksdepartementet gjorde advokat Frode Elgesem i 2013 en vurdering av fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til denne protokollen.

samarbeidet innad i FN og ser på FN som et viktig organ som Norge skal være en aktiv del av, men en må også her vurdere de prinsipielle sidene ved at FN som organ i realiteten kan komme til å overprøve norske forvaltnings- og rettsavgjørelser. Stortingsmeldingen setter spørsmålstegn ved de aktuelle konvensjonsorganenes sammensetning, arbeidsmetoder, ressurser og tolkningsmetoder, og spør om og spør om de er egnet til å sikre en forsvarlig behandling av denne typen klager. Mange av bestemmelsene i konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle forhold egner seg dårlig for internasjonal individklagebehandling. Mange av bestemmelsene er vage, de er preget av målsettinger og gir statene et stort rom for skjønn. Hvorledes skal en vurdere om noen har fått oppfylt retten til den høyeste oppnåelige helsestandard eller retten til en tilstrekkelig levestandard? Senterpartiet mener at det er gode grunner til at den type termer må avgjøres basert på politiske og juridiske vurderinger av de enkelte land. Hvordan den type rettigheter blir tolket, kan få store samfunnsmessige konsekvenser. En må også ta i betraktning at styrking av rettigheter til én gruppe kan føre til svekkede rettigheter for andre grupper. En må også se på hvilke tiltak som blir iverksatt for å realisere rettighetene, og vi mener at de beste til å ta de vurderingene vil være folkevalgte i de enkelte land, og at det baseres på økonomiske og politiske vurderinger i de enkelte land. På det nåværende tidspunkt er det litt uklart hvor langt konvensjonsorganene vil gå i å overprøve nasjonale myndigheters vurderinger av den typen spørsmål ved behandlingen av individklager. Det er for så vidt også usikkert hvilken vekt norske domstoler vil legge på konvensjonsorganenes synspunkt i klagesaker mot Norge. Den type usikkerhet taler også for at en i dag ikke tiltrer disse tilleggsprotokollene. Jeg har også lyst til, i likhet med andre talere, å understreke at det at Norge ikke støtter en undertegnelse av de valgfrie tilleggsprotokollene i dag, jo ikke betyr at Norge står tilbake for andre land når det gjelder å inkorporere de sentrale FN-konvensjonene i vårt rettssystem. Der har vi gått lenger enn mange andre land, også mange av våre nordiske naboland.

om. Vi har i begynnelsen av perioden snakket mye om hvor viktig det er å styrke menneskerettighetene, og at de svekkes alle andre steder på kloden, mens vi her nå plutselig, parti etter parti, har begynt på en argumentasjon om at man føler at det å godta menneskerettighetsformuleringer i norsk lovgivning innskrenker statens makt. Det er poenget med menneskerettigheter. Poenget med menneskerettigheter er nettopp at flertallet ikke skal krenke individet. Poenget med menneskerettighetene er at man skal stoppe staten fra å bedrive overgrep mot det enkelte individ. Jeg er stolt over at da Venstre var i Justisdepartementet, fikk vi inkorporert hele barnekonvensjonen i norsk lovgivning. Det er bra. Men også i denne saken har det vært en underlig forestilling, for jeg husker godt da utenriksminister Jonas Gahr Støre sto her, og Ine M. Eriksen Søreide, representant for Høyre, og Karin Woldseth, representant for Fremskrittspartiet, kjørte et hardt løp mot utenriksminister Støre fordi han ikke ville ratifisere denne protokollen. Så her har de fleste partiene vinglet fra det ene standpunktet til det andre, men i sum er det en svekkelse av menneskerettighetene også i denne salen. Det er helt soleklart at det er en utvikling i verden som svekker menneskerettighetene, og det er nok verre i Saudi-Arabia enn det er i Norge, men vi må ikke være så opptatt av å se bjelken hos de andre at vi ikke ser Jeg mener at hvis en leser høringsinnspillene i denne saken, er det soleklart. Det fins vel knapt et faglig miljø som støtter det at vi ikke skal ratifisere – om det er Amnesty, som mener at dette svekker Norge når det gjelder menneskerettighetene, Barneombudet, UNICEF, Plan, Redd Barna, Press, LNU, NOAS eller hva det skal være. Jeg syns kanskje at vi fikk det beste og klareste høringsinnspillet fra vår nasjonale institusjon, Stortingets nasjonale institusjon Stortingets nasjonale institusjon for menneskerettigheter. De påpeker ganske klart at hvis ikke vi ratifiserer dette, hvordan skal vi da kunne slå i bordet internasjonalt og si at vi skal presse andre land til å ratifisere protokoller, når Norges parlament gang på gang – dette er jo ikke første gangen, dette er tredje eller fjerde gangen jeg har vært med på behandling av denne saken her faktisk sier nei til å ratifisere protokollen? Hvordan skal vi da slå i bordet til de andre landene og si at nå bør de ratifisere ulike protokoller innenfor menneskerettighetsområdet? De påpeker også at det er en overdrevet bekymring for innsnevring av nasjonalt handlingsrom. Altså, det er sånn at denne salen er livredd for at det fins noen barn der ute som faktisk kommer til å påberope seg menneskerettigheter som da vil innskrenke vår nasjonale makt. Hva er egentlig den utfordringen det her er snakk om? Det tredje er at vi faktisk trenger å reformere FNs konvensjonsorgan. Det hadde vi hatt muligheten til også å kunne presse på, hvis vi hadde vært en del av dette systemet. Jeg mener at hvis man setter seg ned og leser alle høringsinnspillene, eller var til stede på høringen, sånn som vi i komiteen var, så er det ganske soleklart at det er få argumenter annet enn nasjonal makt over menneskerettighetene for å gjøre det. Det er reelt sett et argument, det aksepterer jeg, men da samtidig å påstå at det er alle andre som svekker menneskerettighetene, det holder ikke,

ein av til saman 14 statar som frå 1949 til 1950 utforma Den europeiske menneskerettskonvensjon, men ho sa at Noreg førte ein bremsande politikk og fortsette med det etterpå. Vi argumenterte først mot ein konvensjon og var skeptiske til forslaga om individuell klagerett og ein domstol. Så stemte vi for konvensjonen for ikkje å skilje oss ut, gav samtykke til å ratifisere, men var einige med regjeringa om å vente med dei frivillige og vi anerkjente altså ikkje den individuelle klageretten før i 1955, og domstolen i 1964. Sidan den gongen har vi altså gått frå å vere bremsande til å vere ein viktig pådrivar i ei rekkje internasjonale menneskerettsspørsmål – men ikkje i denne saka. Ei tilslutning vil bidra til ei styrking av menneskerettane og gje oss eit legitimt grunnlag for å leggje press på andre statar der behovet for overnasjonale individklageordningar er stort. Det vil ikkje minst bidra til å styrkje FNs konvensjonsorgan, og det er Det vil ikkje minst bidra til å styrkje FNs konvensjonsorgan, og det er heilt i tråd med det regjeringa sjølv skriv om betydninga til menneskerettane som mål og middel – og Noregs pådrivarrolle – i stortingsmeldinga om arbeidet med menneskerettar. Å la vere er det motsette av å vere ein pådrivar. Dersom alle statar hadde inntatt Noregs haldning om å avvente

Og mens vi i det daglege ofte tenkjer på det slik at vi skal beskytte barna våre endå betre enn oss sjølve – ja, ekstra godt – er det eit faktum at i dei fleste statar, Noreg inkludert, har barn dårlegare rettstryggleik enn vaksne. Dette er òg viktig i Noreg: Ein ratifikasjon av alle tilleggsprotokollane omtalt i denne meldinga vil styrkje rettsstillinga til norske borgarar ved at det vert opna for uavhengige klageordningar gjennom ein slik ratifikasjon. Særleg ratifikasjonen av individklageordninga til barnekonvensjonen og konvensjonen om personar med nedsett funksjonsevne vart støtta av alle sivilsamfunnsorganisasjonane som deltok på høyringa. Frode Elgesem, som tidlegare er nemnd her, og som har greidd ut saka for UD, Barneombodet og ei rekkje juridiske ekspertar har anbefalt ratifikasjon av individklageordninga til barnekonvensjonen, òg etter å ha vurdert om statens Eit samla uavhengig fagmiljø og sivilsamfunn meiner at ratifikasjon er eit viktig bidrag til å styrkje barns rettsstilling og fremje barns rettigheiter internasjonalt. Det same samla fagmiljøet meiner motargumenta som regjeringa og fleirtalet i komiteen framhevar, er sterkt overdrivne. Noreg er allereie tilslutta konvensjonane, og klageordninga vil ikkje medføre nye materielle

Så dette utgjer ikkje ei vesentleg svekking av handlingsrommet til nasjonale myndigheiter, men det utgjer ei styrking av rettstryggleiken til barn i Noreg og er kanskje særleg eit bidrag til å styrkje barns rettstryggleik i statar der han er svært mykje svakare enn i vårt land. Eg kan akseptere argumentet viss det er så kunne ein jo – som SV her har tatt opp forslag om – greie ut og fremje forslag om ei uavhengig ordning i Noreg der barn kan klage inn brot på norsk lov og på barnekonvensjonen. Vi vil likevel føretrekkje at vi sluttar oss til – og dermed òg bidreg til oppslutnad om ein brei internasjonal konvensjon. Eg seier som statsråd Ine Eriksen Søreide sa, at det er at vi ikkje sluttar oss til – det vil seie: dette sa ho før ho vart statsråd, med støtte frå alle dei andre borgarlege partia på det tidspunktet. Spørsmålet som drøftes i denne meldingen, er

Regjeringens konklusjon er at den ikke nå vil fremme forslag om norsk tilslutning til disse tre individklageordningene – dette fordi det er betydelig usikkerhet om konsekvensene av en slik tilslutning. Det er viktig å understreke at Norge er det eneste nordiske landet som har noen av FNs menneskerettighetskonvensjoner med forrang fremfor annen nasjonal lovgivning. Det gjelder bl.a. barnekonvensjonen og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det kan også føre til at annen lovgivning blir tolket innskrenkende eller satt til side, altså at dette har en høyere trinnhøyde. Tilslutningen til disse individklageordningene vil derfor – og det tror jeg det er viktig å merke seg – kunne få større konsekvenser for norske myndigheters handlingsrom. Så tror jeg det er viktig at vi nå ikke snakker forbi hverandre. Det er ikke noen tvil om at Norge er bundet av disse konvensjonene, og det er ingen som foreslår noen endring eller svekkelse av konvensjonene. I en situasjon hvor vi opplever at viktige menneskerettigheter er under press, så la oss iallfall ikke oppkonstruere forskjeller som ikke er der, eller en situasjon som ikke eksisterer. Det vi skal diskutere nå, er om vi skal ratifisere disse individklageordningene nå, eller om vi skal avvente og se hvordan de utvikler seg. Jeg tror det er viktig å minne om at det er det som er spørsmålet i dag. Det er ikke slik at det er en særegen situasjon knyttet til dette i Norge. Ta vårt naboland Sverige, som vi ofte arbeider nært sammen med i disse spørsmålene: I likhet med den norske regjeringen vil Sverige avvente å analysere praksis fra Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Svenske myndigheter slår fast at rettighetene til dels er av upresis karakter, som kan gjøre det vanskelig å avgjøre når man står overfor en konvensjonskrenkelse. Og når det gjelder

hvor vi har inkorporert barnekonvensjonen med forrang i norsk rett, vil dette kunne få konsekvenser. Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har behandlet to saker, og Komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet åtte. Det er altså en rekke særlige forhold som skiller disse klageordningene fra klageordninger som Norge har sluttet seg til, i tillegg til det jeg sa, at disse klageordningene er veldig lite utprøvd. Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og barnekonvensjonen inneholder flere vage og vidtfavnende økonomiske og sosiale rettigheter, som flere representanter har vært inne på. Et eksempel er retten til den høyest oppnåelige helsestandard. Slike målsettingspregede rettigheter egner seg i utgangspunktet dårlig for internasjonal prøving i individklagesaker. Hvordan de tolkes, kan faktisk få stor samfunnsmessig betydning. Folkevalgte organer står nærmest til å vurdere hvilket tiltak som er egnet for å realisere rettighetene. Individklageordningene som Norge allerede er tilsluttet, gjelder sivile og politiske rettigheter, og der har myndighetene først og fremst plikt til å unnlate å gripe inn. Ytringsfriheten er et eksempel på dette. Når det gjelder barnekonvensjonen, er det i tillegg vanskelig å forutse hvordan Barnekomiteen vil anvende prinsippet om barnets beste. Foreløpig er det jo ikke behandlet en eneste sak, som jeg nevnte. Det blir replikkordskifte. Stortinget er nå så heldig at vi endelig har fått et eget organ under Stortinget som er vår nasjonale institusjon for

og i mitt innlegg er argumentert for hvorfor det ikke er riktig å ratifisere disse individklageordningene nå. Å ratifisere en individklageordning når komiteen ikke engang har behandlet en eneste sak og vi i Norge allerede har gitt f.eks. barnekonvensjonen forrang i det norske rettssystemet, slik at det potensielt også vil kunne få større omfang i Norge, er noe vi må tenke grundig igjennom.

at i Norge er flere menneskerettigheter til og med løftet opp i Grunnloven. Jeg kjenner godt til at den er inkorporert i norsk lov, for det var sist gang Venstre og Høyre satt i regjering sammen at det ble fikset. Men la meg stille spørsmålet fra en annen vinkel: Syns ikke utenriksministeren at det er viktig at Norge også er en foregangsnasjon for å kunne løfte menneskerettighetene høyt i vårt internasjonale arbeid? Absolutt! Absolutt! Der er vi helt på linje. Derfor har vi også fremmet en egen stortingsmelding om menneskerettigheter. Det vi opplever om dagen, hvor menneskerettighetene, også de tradisjonelle menneskerettighetene knyttet til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og pressefrihet, er under stort press – vi har en egen interpellasjon etterpå hvor vi skal diskutere situasjonen i et alliert land, som er bekymringsfull knyttet til dette

skal ha dei uavhengig av det politiske fleirtalet i eit land, noko vi nettopp i desse dagar får dokumentert kor viktig er. Individklageordningane kjenner vi frå Europa, vårt eige kontinent, og dei har vore ein viktig, men omstridt reiskap. Eg synest vi skal ta oss tid – det er vorte brukt litt tid, under to regjeringar – til denne saka. Men kanskje eg kan spørje utanriksministeren om følgjande, sidan hans mest vesentlege argument er at det ikkje har vorte prøvd mange saker, og det er eit reelt argument: Er han einig i at det kan vere verdifullt om nokre år, når det har vorte prøvd ein del saker, å gjere ei ny vurdering, som det ligg eit forslag om her? Det regjeringen har konkludert med, er at vi ikke vil anbefale en ratifikasjon av disse individklageordningene nå. Det er et synspunkt vi deler med f.eks. Sverige og en rekke andre land. Så må man komme tilbake til dette spørsmålet senere hvis ting skulle ha endret seg. Men det er også prinsipielle sider ved disse individklageordningene og rettsliggjøring som man også må tenke igjennom, hvor vi ikke har konkludert. Det er derfor vi sier at vi nå ikke vil anbefale en ratifikasjon. Jeg ser at det er argumenter i begge retninger, men jeg vil også minne om at det ikke var jeg som sa – og nå henviser jeg ikke til representanten Solhjells innlegg – at vi svekker menneskerettighetene i Norge ved ikke å ratifisere nå. Det mener jeg vi ikke gjør. Vi tar bare ikke stilling på det grunnlaget vi nå har. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak

det har

Vi i SV har følgt denne utviklinga tett og er djupt bekymra, for arrestasjonane av parlamentsmedlemmene i HDP er berre eitt eksempel på ei rask og dramatisk forverring av vilkåra for ytringsfridom, menneskerettar og demokrati i landet. No er tida inne for at europeiske leiarar gjer ord til handling og rettar eit reelt press mot Tyrkia for å snu den autoritære vendinga. Som ein alliert av Tyrkia, i både NATO, OSSE og Europarådet, er det viktig at Noreg reagerer, og at vi gjer alt som står i vår makt for å hindre ei ytterlegare forverring av situasjonen. Det er i det tyrkiske folket si interesse og i Europas interesse, men òg i vår eiga interesse. Det er bakgrunnen for interpellasjonen i dag, og eg ser fram til å høyre utanriksministeren sitt svar på utfordringa vår. Vilkåra for demokrati og menneskerettar har vorte gradvis verre over fleire år i Tyrkia, men særleg etter kuppforsøket i juli 2016. I tillegg til arrestasjonane av HDP-leiarane vil eg nemne nokre andre alvorlege teikn på at Tyrkia er raskt på veg i gal retning. Sidan juli 2016 har over 40 000 menneske vorte arresterte, og 120 000 har mista jobbane sine. I all hovudsak er dette vanlege folk som jobbar i skolevesenet, i helsevesenet, som dommarar eller i offentleg administrasjon. Erdogan har sikra to tredels fleirtal i parlamentet for omfattande grunnlovsendringar som gjev presidenten betydeleg meir makt enn han har i dag. Dei grunnlovsendringane skal ut i ei folkerøysting i vår, og vert dei vedtekne, gjev dei bl.a. Erdogan rett til å oppløyse det folkevalde parlamentet. Unntakstilstanden som vart innført etter kuppforsøket, gjeld framleis og gjev myndigheitene vide fullmakter til å gjennomføre arrestasjonar utan gode grunnar til mistanke. Dersom han ikkje vert oppheva, kan arrestasjonsbølgja vi har sett sidan juni, fortsetje. Ei rekkje opposisjonelle tv-kanalar og aviser har vorte stengde, bl.a. har den største tyrkiske opposisjonsavisa fått stengt sine. Eg opplevde sjølv under eit besøk i Ankara med delar av utanrikskomiteen i fjor korleis ein av dei inviterte gjestene til ein middag hos den norske ambassadøren ikkje kom fordi avisa hans var offer for ein razzia same dag. Åtaka på den demokratiske rørsla som kjempar for kurdiske Fleire borgarmeistrar og leiande kurdiske lokalpolitikarar har vorte arresterte utan at det ligg føre rettkomne skuldingar. Sist veke vart tre nye folkevalde frå HDP arresterte: Huda Kaya, Altan Tan og Meral Bestas. No har HDP snart ei like stor stortingsgruppe i fengsel som i parlamentet, og det er ein uhaldbar situasjon. Det har òg i lang tid vore kampar mellom tyrkiske styrkar og PKK i det kurdiskdominerte Dei kampane har pågått sidan forhandlingane med PKK vart brotne, og har eskalert det siste året. Byar som Cizre og Diyarbakir har vore offer for åtak, og store delar av befolkninga er drivne på flukt. I Cizre har innbyggjartalet gått ned frå 120 000 til 20 000 på under to år. Utviklinga i Tyrkia truar ytringsfridomen, demokratiet og sikkerheita for Det er avgjerande at vi gjer det som står i vår makt for å møte denne utviklinga – av fleire grunnar. For det første skal overgrep og menneskerettsbrot nedkjempast uansett kvar dei oppstår. For det andre er Tyrkia ein alliert – vi har plikt til å seie frå til våre vener, og vi er nøydde til å stå opp for dei prinsippa som alliansane vi er med i, er meinte å vere bygde på. For det tredje er det i både europeisk og norsk eigeninteresse å sikre eit fritt, demokratisk Dersom vi lar denne utviklinga fortsetje, kan sikkerheitssituasjonen forverre seg kraftig og landet gå frå å vere eit land folk flyktar til, til å vere eit land folk flyktar frå. Eg håper utanriksministeren i grove trekk er einig i beskrivinga mi av situasjonen i Tyrkia. I så fall er spørsmålet: Kva kan vi gjere? Eg har teke med meg nokre heilt konkrete idear som eg vil høyre om utanriksministeren kan og vil følgje opp.

Vi kan òg mellombels stanse våpeneksporten til Tyrkia på bakgrunn av at det er ein reell fare for at våpena kan verte brukte til å undertrykkje eiga befolkning. Det vil vere viktige og sterke signal. Det mest effektive er likevel å søkje felles tiltak saman med våre allierte. Tyrkia er eit NATO-land og er medlem av OSSE og Europarådet. Alle desse organisasjonane er baserte på ein verdifellesskap der menneskerettar og demokrati står sentralt. Når desse verdiane vert brotne så grunnleggjande av ein medlem i organisasjonen, bør det skape grunnlag for ulike former for reaksjonar og sanksjonar. Eg er sterkt tilhengjar av å oppretthalde dialogen med Tyrkia, men vi må òg vere realistiske. Erdogan kjem ikkje til å vere villig til å snu på oppfordring frå Europa viss vi ikkje òg er tydelege på at vi kan setje makt bak Eit slikt press vil vere eit riktig steg på vegen, og eit slikt felles initiativ bør stille tydelege krav til Erdogan. På kort sikt er dei viktigaste krava vi bør stille, etter mi og SVs oppfatning, at alle dei arresterte parlamentarikarane vert sleppte fri og kan få verke i parlamentet som valde parlamentarikarar skal, at unntakstilstanden, der det no har gått lang tid, vert oppheva straks, at opposisjonsaviser vert opna igjen, at journalistar vert sleppte fri, at pressefridomen og ytringsfridomen får verke i Tyrkia, at det vert oppretta ein uavhengig kommisjon som granskar menneskerettsbrot som er gjorde etter kuppet, at folkerøystinga om grunnlovsendringa vert avlyst så lenge det ikkje er reelle moglegheiter for opposisjonen til å ytre seg, at forhandlingane med PPK vert tekne opp att, og at det vert våpenkvile i landet. Vi treng internasjonal solidaritet for Tyrkia no. Noreg og Europa kan ikkje sitje og sjå på at eit alliert land går i ei så autoritær retning. Eg refererte tidlegare til mitt og andre medlemmer av utanrikskomiteen sitt besøk i Ankara i Tyrkia, der vi fekk møte både myndigheiter, parlamentarikarar frå ulike parti og ei rekkje mediefolk og organisasjonar. Eg må seie at det gjorde eit veldig sterkt inntrykk å møte menneske som så tydeleg åtvara mot utviklinga i

Eg ser difor fram til å høyre kva planar utanriksministeren har for å følgje opp situasjonen i Tyrkia, og vil òg be han kommentere forslaga som eg har presentert her.

et trettitalls terroraksjoner. Som følge av kuppforsøket er unntakstilstand innført. Myndighetene i landet mener at imamen Fethullah Gülen står bak kuppforsøket, og at hans bevegelse har infiltrert den tyrkiske sentralforvaltningen. Om lag 100 000 offentlig ansatte er suspendert. Parlamentarikere, journalister og forfattere er arrestert. På samme tid vedvarer de stadige militære trefningene mellom myndighetenes sikkerhetsstyrker og væpnede kurdiske styrker. Det kurdiske arbeiderpartiet PKK og de militante tyrkiske frihetsfalkene, TAK, står bak en rekke blodige terroraksjoner. Også ISIL er ansvarlig for brutale aksjoner. Sivilbefolkningens lidelser er omfattende.

Det store antallet flyktninger medfører store belastninger på landets sosiale, politiske og økonomiske situasjon. Situasjonen i Tyrkia er urovekkende, som også interpellanten slo fast. Landet står overfor en rekke sikkerhetsutfordringer. Samtidig må vi erkjenne at demokratiet, rettssikkerheten og ytringsfriheten synes å komme under stadig sterkere press. Journalister og parlamentarikere skal forsvare demokratiet og ytringsfriheten i frihet, ikke i fengsel. Jeg er derfor enig med generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, når han i en kronikk i dagens VG sier at «særlig journalister og parlamentarikere bør slippes ut av fengsel slik at de kan forsvare seg frihet». Tyrkia har rett til å bekjempe terrorvirksomhet på eget territorium og også stille kuppmakere til ansvar, men dette må skje innenfor rettsstatens rammer og i samsvar med Tyrkias internasjonale forpliktelser. Væpnede aksjoner må være forholdsmessige og i tråd med folkeretten. Regjeringen følger utviklingen tett. God og etterrettelig informasjon og forståelse av det kompliserte bildet er nødvendig. Det aktive diplomati er avgjørende. Ambassaden i Ankara følger rettsoppgjøret etter kuppforsøket nøye. Når det er mulig, er vi til stede i rettssalen, slik vi f.eks. overvar rettsmøtet som ble satt i forbindelse med saken mot parlamentariker og I Oslo ble den tyrkiske ambassadøren innkalt til samtale i Utenriksdepartementet etter arrestasjonene. Den diplomatiske kontakten mellom stater er basert på tillit og respekt. Det er en forutsetning for meningsutveksling. I vår dialog med tyrkiske myndigheter har regjeringen hele veien vært klar på at rettsstatsprinsipper og ytringsfriheten må respekteres, selv i en krevende situasjon som den Tyrkia står oppe i. Regjeringen benytter enhver anledning til å ta opp menneskerettighetene med tyrkiske myndigheter. Jeg var selv tre ganger i Tyrkia i løpet av fjoråret og drøftet de ulike sakene med både presidenten, statsministeren og utenriksministeren. Situasjonen diskuteres også med opposisjonen og med organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet og rettssikkerhet i Tyrkia. Regjeringen samarbeider også med andre land både i og utenfor EU for å få på plass et samlet internasjonalt bidrag for å få Tyrkia til å overholde sine internasjonale forpliktelser. Og det er ingen hemmelighet at da jeg var i Brussel i går og møtte EUs høyrepresentant for utenrikssaker, Federica Mogherini, og også EU-kommisjonens første visepresident, Frans Timmermans, som arbeider med disse sakene, brukte vi relativt mye tid på Tyrkia, men som det kanskje er en viss forståelse for, var det også en annen sak som ble diskutert, noe jeg forstår det også er en viss interesse for utenfor salen akkurat nå. Det multilaterale diplomatiet spiller en viktig rolle i det internasjonale normverket er målestokken. Venezia-kommisjonen har vurdert den tyrkiske unntakstilstanden og kommet til at innføringen av unntakstilstanden var legitim, men at innførte tiltak går utover Grunnloven og folkeretten. Kommisjonen vil også vurdere forslagene til grunnlovsendringene før den kommende folkeavstemningen. Tyrkia er et fremtredende medlem av Europarådet, grunnlovsendringene før den kommende folkeavstemningen. Tyrkia er et fremtredende medlem av Europarådet, som har en nøkkelrolle i dagens Tyrkia. Rådet er en viktig arena for den politiske dialogen med landet. Situasjonen i Tyrkia ble diskutert bl.a. i september. Regjeringen legger vekt på å møte Tyrkia i disse sammenhengene. Selv deltok jeg også under dette møtet i høst for å målbære Norges syn. Jeg syntes det var viktig å være der og videreformidle direkte i Europarådets ministermøte. En viktig del av Europarådets arbeid er den ekspertdialogen som holdes med Tyrkia. En av Europarådets hovedanbefalinger har vært at alle personer har rett til individuell prøving av egen sak. Så sent som sist uke var det på dette punkt en positiv utvikling. For å imøtekomme Europarådets krav har Tyrkia nå endret reglene for varetektsfengsling under unntakstilstanden. Det tas også skritt for å etablere en kommisjon som skal kunne prøve sakene til dem som er omfattet av dekretene. Det store antall saker tilsier at dette vil ta tid. Tyrkiske myndigheter må tilrettelegge for rask og sikker behandling av disse spørsmålene. Norge støtter helhjertet opp om Europarådets arbeid i Tyrkia. Statsministeren understreket dette under sitt offisielle besøk til Europarådet i november, der Tyrkia også var et sentralt tema. Vi bruker også andre multilaterale arenaer aktivt for å belyse menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia. Dette ble gjort også før kuppforsøket i fjor. Jeg vil takke representanten denne interpellasjonen, som gir Stortinget en mulighet til å diskutere den bekymringsfulle utviklingen i Tyrkia. I tillegg til Europarådet har regjeringen i FNs menneskerettighetsråd gitt uttrykk for bekymring for menneskerettighetssituasjonen i landet. Vi har merket oss at FNs spesialrapportører for henholdsvis ytringsfrihet og tortur har besøkt Tyrkia og kommet med kritiske kommentarer om situasjonen. Rapportene vil kreve oppfølging fra tyrkisk side. Det er positivt at besøkene kom i stand etter invitasjon fra Tyrkia selv. Også i OSSEs råd har Norge tatt opp situasjonen i Tyrkia. I våre innlegg har vi lagt vekt på de krevende arbeidsforholdene til mediene og dessverre de økende restriksjoner i ytringsfriheten, arrestasjoner av dommere og andre i rettsvesenet og behovet for respekt for menneskerettigheter og andre internasjonale forpliktelser. Det er når verdenssamfunnet og de internasjonale mekanismene virker sammen, i dialog med Tyrkia, at vi ser resultatene – at landet letter på restriksjonene. er en tydelig og sentral aktør i dette internasjonale samvirket. Man kan trygt slå fast at regjeringen opprettholder et sterkt søkelys på demokrati og menneskerettighetene i Tyrkia. Samtidig har vi respekt for de utfordringene som Tyrkia står overfor, og den innsats Tyrkia yter overfor flyktninger fra nabolandene. Vi har og skal ha en tydelig, men balansert dialog med Tyrkia. Slik regjeringen ser det, er det sentrale å bidra til at Tyrkia forblir et stabilt og demokratisk land. Det er bra for Tyrkia, og det er bra for regionen, for Europa og også for Norge. Først vil eg takke utanriksministeren for gjennomgangen, og eg er

med ei rekkje brutale angrep av ganske forskjellig karakter. Og det er ingen tvil om at Tyrkia har teke eit stort ansvar – ja kanskje det største ansvaret – i forbindelse med flyktningkrisa i Syria. Berre i Istanbul by kan det vere like mange flyktningar som i heile EU-området til saman. Det seier litt om omfanget vi snakkar om. Men samtidig trur eg vi må at det ikkje er mogleg å finne ein klar samanheng mellom – eller det rimelege i – utviklingstrekka her, og den utviklinga når det gjeld demokrati og menneskerettane som vi ser i Tyrkia, både fordi det har skjedd over lengre tid, og fordi det ikkje er ein klar samanheng mellom dei. Det er ikkje nødvendig å svekkje menneskerettane i Tyrkia for å ta eit større ansvar for flyktningar i nabolandet.

om det finst den typen tiltak vi skal vurdere saman med våre allierte. Eg hadde òg sett for meg at han kanskje ville kommentere enkelte av dei ulike forslaga eg nemnde her, både dei vi kan gjere saman med andre, og dei vi eventuelt skal gjere åleine. Kva for eit av dei konkrete forslaga mine vil utanriksministeren ta tak i? Og kva for eigne forslag/initiativ – i tillegg til dei han no har gått igjennom – er han interessert i å vurdere overfor Tyrkia i tida som

brukes. Både president Erdogan og utenriksminister Çavu?o?lu har slått fast at de skal etterleve de retningslinjene og de reglene som f.eks. gjelder i Europarådet. Hvis de skulle få dommer mot seg, vil de ta det ad notam. Dette skal vi minne dem om, og vi skal også være meget påpasselige med at dette blir fulgt opp. Nå kommer det mange saker for domstolen, og det er jo et tegn på at det er veldig mange i Tyrkia som føler at deres rettigheter ikke respekteres. Som jeg også sa er jo et tegn på at det er veldig mange i Tyrkia som føler at deres rettigheter ikke respekteres. Som jeg også sa i mitt innlegg, er Venezia-kommisjonen viktig her, og de har f.eks. vurdert unntakstilstanden og kommet til at innføringen av unntakstilstand etter forsøket på militærkupp var legitim, men at innførte tiltak går utover Grunnloven og folkeretten. De vurderer nå også disse forslagene viktigheten av nå å følge rettsprosessene og de rettssakene som er, og den norske ambassaden er aktiv. Vi har politisk også lagt stor vekt på å møte tyrkiske ledere og videreformidle våre bekymringer og også ta opp konkrete saker. Jeg har selv møtt opposisjonen og representanter fra de kurdiske grupperingene i parlamentet i Tyrkia. Og til forslaget fra representanten Solhjell om ytterligere å trappe opp det vi gjør i Tyrkia knyttet til støtte til det sivile samfunn, til menneskerettighetsforkjempere og også den frie og uavhengige presse – iallfall styrke mulighetene for å ha en fri og uavhengig presse: vi jobber med, og vi vil trappe opp den støtten i inneværende år i forhold til i fjor. Jeg er åpen for den typen innspill, som vi absolutt vurderer nå i det videre

Men når allierte og venner går i en autoritær retning, bryter menneskerettigheter, fengsler parlamentarikere og journalister og undertrykker minoriteter, da er det tid for å ta det opp med dem – noe EU også har gjort. I den årlige statusrapporten om landets søknad om medlemskap

kan legge til at det er kommet mange anklager om tortur og mishandling av fanger etter kuppforsøket. Ytringsfriheten er innskrenket, og det ser ut som lovverket brukes veldig vilkårlig. Som folkevalgte er det særlig grunn til å reagere mot fengslingen av parlamentarikere, at vi står opp for de fengslede parlamentarikerne. 4. november i fjor kom Progressive Alliance, som Arbeiderpartiet nå er tilsluttet, med en skarp uttalelse der det uttrykkes bekymring over arrestasjonen av parlamentarikere og andre politiske ledere. Det pekes særlig på Progressive Alliances søsterparti, Peoples’ Democratic Party – HDP – i Tyrkia, som har flere

Det er vel ikke noe land i den senere tid som har hatt flere terrorangrep enn Tyrkia, senest i Istanbul. Men terrorisme kan ikke møtes med undertrykking, fjerning av menneskerettigheter, tortur og tendenser til despotisme. Statlig undertrykking kan føre til enda mer politisk uro og ustabilitet. Jeg registrerte for øvrig i går at Tyrkia kom med trusler og advarsler mot Tyskland i forbindelse med at offiserer som deltok i kuppforsøket i Tyrkia, har søkt om politisk asyl. Det skal ikke vi blande oss opp i, men jeg merket meg ordlyden i den tyrkiske forsvarsministerens uttalelse, at tyske myndigheter får absolutt ikke lov til å akseptere disse asylsøknadene. Tyrkia er altså hardt rammet av terror og merker sterkt krigen i nabolandet Syria. De har rett til å forsvare seg mot terror, men det må skje med rettsstatens midler. Det er i kriser at demokratiet settes på prøve. Tyrkia har ikke bestått den prøven. I stedet arresteres opposisjonspolitikere, tortur og undertrykking er regelen og ikke unntaket. Tyrkia går i en bekymringsfull autoritær retning. President Erdogan utvider sine fullmakter, strammer inn på lovene og Tyrkia har alltid vært et viktig flankeland i NATO. I dag er europeiske land og EU avhengig av Tyrkia for å sikre Schengens yttergrense, og landet har, som vi hørte, mellom 2 og 3 millioner syriske flyktninger. Dette er også en utfordring for NATO, for ikke å snakke om en utfordring for Europa. Det er viktig at den norske regjeringen har et aktivt samarbeid med andre europeiske land om hvordan hele denne situasjonen skal handteres, for ikke å si håndheves. Men det må sies veldig klart ifra at det som skjer i Tyrkia nå, er absolutt helt uakseptabelt. Jeg vil også støtte de forslagene som Solhjell kom med, og de tiltakene som han nevnte i

Argumentene for det er mange. Men verden er dessverre ikke like enkel og svart-hvit som representanten Lysbakken vil ha det til, fremført i dag av representanten Solhjell. Det er jo interessant at man kan stå her og fremheve situasjonen i Tyrkia til demonstrasjoner mot vår fremste samarbeidspartner og allierte, Trump, ute på gressplenen. Diplomati innebærer ivaretakelse av eget lands interesser altså Norges interesser – og det er ikke gitt at Norges interesser best ivaretas gjennom selvstendige, høylytte protester overfor Tyrkia. Svært få nordmenn applauderer den autoritære utviklingen i Tyrkia, men det er ikke like åpenbart hva som bør være Norges respons. Målet må være å oppnå endret tyrkisk atferd. Det kan faktisk hende at Norge er best tjent med en multilateral Norge har over tid hatt en tendens til litt for raskt og gjerne alene å reagere overfor ulike lands eventuelle brudd på menneskerettigheter og annet. Det er prinsipielt korrekt og gir oss god samvittighet, men det er langt fra sikkert at det ivaretar Norges interesser på beste vis, slik definisjonen av diplomatiet forutsetter. Ei heller er det sikkert at det ivaretar interessene til dem vi faktisk ønsker å hjelpe. Alenegang i utenrikspolitikken fører sjelden til det resultatet man uttalt har som mål. Ja, utviklingen i Tyrkia er bekymringsfull. Den har gått i mer autoritær og islamistisk retning, og Norges forhold til landet er et levende paradoks. Norge og Tyrkia er allierte gjennom landenes medlemskap i NATO. Tyrkia utfordrer alliansebegrepet. Artikkel 5 i NATO-traktaten tilsier at et angrep fra et annet land på et av alliansens medlemsland er et angrep på alle 29 medlemmene. Dette er en reaksjon og konsekvens som skjer automatisk og uten konsultasjoner. Vi er med andre ord forpliktet til å stille med våre militære kapabiliteter og soldater dersom tyrkisk territorium skulle bli utsatt for angrep. Det er ikke noe spørsmål om om eller hvis – vi er forpliktet per definisjon. Da gjenstår det selvfølgelig å definere hva et angrep i realiteten er. Det er ikke alltid like enkelt. Det er uansett en utfordring og et paradoks at NATO-landenes innsats mot IS i Irak og Syria innebærer en støtte til de kurdiske peshmergastyrker i deres kamp for større autonomi. Samtidig bedriver Tyrkia en kamp både mot kurderne og IS, og enkelte ganger kan man få inntrykk av at kampen mot kurderne er vel så høyt prioritert som kampen mot IS. Videre kan Tyrkia, Russland og Iran ha I et slikt svært uklart politisk og militært bilde vil det være lite klokt av Norge å spille en ledende rolle. Enkelte ganger er det klokt å erkjenne vårt lands nasjonale interesser og begrensninger, ikke minst. I dette bildet må det også inngå en nasjonal vurdering av Tyrkias rolle som dirigent og konstabel i flyktningtrafikken. Med andre ord: Det blir for enkelt, ja kanskje rett og slett for politisk korrekt å vurdere situasjonen i Tyrkia med nasjonale briller. Spørsmålet Norge heller bør stille seg, er i hvilken grad vårt land er tjent med å spille en sentral militær rolle i konflikter langt utenfor NATOs grenser, såkalt «out of area». Men det er en annen diskusjon.

heilt sidan det mislukka kuppforsøket i juli i fjor. Kuppforsøket fortener vår fordømming. Det er ikkje i samsvar med eit demokrati. Men kuppforsøket må ikkje bli brukt som påskot for ei langvarig og akselererande utvikling i autoritær retning. Det er heller ikkje i samsvar med demokratiske prinsipp. Skuldingane mot frå det prokurdiske partiet HDP er at dei støtter valdsbruken til det kurdiske arbeidarpartiet PKK. Men som interpellanten Solhjell peika på, har dei arresterte parlamentarikarane ved fleire høve tvert imot tatt klar avstand frå valdsbruken til PKK. Det dei har vore opptatt av, er kurdarane sine rettar. Det dei har vore kritiske til, er Ergodan sitt forsøk å styrkje makta si. Desse arrestasjonane kjem på toppen av dei omfattande massearrestasjonane som har funne stad etter kuppforsøket. Sidan juli 2016 har over 40 000 menneske blitt arresterte. Rundt 120 000 har blitt fråtatt jobben sin, og som fleire har peika på, er dette mest vanlege folk, som jobbar i skulen, i helseteneste, som dommarar eller i offentleg administrasjon. Denne bølgja av arrestasjonar er overdriven og gir grunn til stor bekymring over kva for retning Ergodan vil ta Tyrkia. Unntakstilstanden som blei innført etter kuppet, gjeld framleis. Det er den som gir styresmaktene så uvanleg store fullmaktar til å gjennomføre arrestasjonar utan gode grunnar til mistanke om noko kriminelt. Det aukar vår bekymring. Stenginga av ei rekkje opposisjonelle og aviser bekreftar at utviklinga har tatt ei alvorleg vending. Frie media er viktige i eit liberalt demokrati. Når òg Tyrkias største opposisjonsavis har fått stengt kontora sine, er det umogeleg ikkje å høyre alarmklokkene ringje. Utviklinga truar ytringsfridomen, demokratiet og rettstryggleiken. Dette er grunnsteinar i frie samfunn. Dette truar verdiar me held høgt kjerneverdiar i demokratiet. Derfor må Noreg tale med klar stemme mot det som no skjer. Dei fengsla parlamentarikarane må setjast fri. Massearrestasjonane må gjerast om. Media må få tilbake fridomen, Unntakstilstanden må opphevast. Eg er glad for at utanriksministeren bekreftar at Noreg alt har og framleis vil ta opp utviklinga med Men meir må gjerast. Tyrkia er medlem av Europarådet, av OSSE og av NATO. Det er organisasjonar som skal forsvare fridomen og demokratiet, enkeltmenneskets rettstryggleik og nasjonars tryggleik – medlemskap der forpliktar Tyrkia. Men det forpliktar òg oss andre til å seie klart frå når Tyrkia er inne på eit farleg spor. Det må følgjast opp i internasjonale fora der Tyrkia er med. Me som lenge har ønskt at Tyrkia må lukkast i å utvikle sitt demokrati og sikre sin fred, blir fylte med tristheit over det som no skjer. Makt skal ikkje misbrukast. Dei som er gitt makt, må respektere menneskerettane og òg demokratiske grunnprinsipp. Gjennom historia har me sett at slike prinsipp blir ignorerte av diktatur. Tyrkia må ikkje bli nok eit nummer

over tid. Vi er nok veldig avhengig av å bygge fellesskap med andre for å nå de målsettingene vi har satt oss. Da er det egentlig godt at bekymringen for utviklingen i Tyrkia er så bredt forankret politisk i denne salen. Det var en tragedie at kuppforsøket ble gjennomført, men det hadde vært en feil utvikling også før det kuppforsøket kom. Dette er et land som har opplevd mye terror og grusom terror. Noe av det skyldes uenigheter innad i landet. Beliggenheten gjør at de får det, men også at de er en buffersone for oss i Europa. Europa. Da er jeg tilbake til noe av det som både interpellanten og statsråden sa om NATO som et verdifellesskap. Når Norge gjennom vår utenrikspolitikk må bygge fellesskap med andre, er det klart at NATO handler ikke om land, men det handler først og fremst om noen verdier som vi i vestlige demokratier deler. Da må vi også være villige til å kjempe for hverandres verdier, og da må vi dele de verdiene. Jeg deler den bekymringen som nesten alle som har vært på talerstolen, har uttrykt, når vi nå ser utviklingen, spesielt med de utrenskningene som har vært etter kuppforsøket. Journalister, dommere og ikke minst lærere er sjølve kjernen i med de verdiene som nettopp de yrkene formidler: deltagelse, lik rett for loven og ytringsfrihet. Det er også viktig å understreke parlamentarikernes frihet og deres mulighet til å utøve sine politiske verv. Jeg syns også at det er viktig å si at vi må være takknemlige for den fantastiske jobben Tyrkia gjør med å ta imot flyktninger. Det syns jeg det er viktig å anerkjenne

vi nok den litt depressive stemningen som var blant mange NGO-er som jobber med menneskerettigheter i landet. Det er ingenting ved de signalene vi har fått etter at vi dro derfra, som tyder på at det går bedre. Så jeg er glad for at Norge kan være med og bidra til å støtte opp under de NGO-ene og den viktige jobben de gjør. Jeg vil også takke for interpellasjonen. Dette er

kuppet. Det er riktig som Skei Grande sier, at det var store utfordringer også før kuppet. Jeg har også vært i Diyarbakir nede i sørøst. Jeg har snakket med alt fra ministre til vanlige mennesker, alle slags organisasjoner, journalister, og det har vært utrolig spennende og utrolig vanskelig. For selv om en får veldig forskjellige tilbakemeldinger,

de samme elleve i fengsel. De ble satt i fengsel i november i fjor, av ulike grunner. Det sitter mange journalister og mange andre mennesker i fengsel der nede som kanskje ikke egentlig har gjort noen ting. Vi ønsker å besøke dem i fengslene for å se forholdene de lever under. Det var det ikke anledning til, for vi ble faktisk nektet. Vi er to rapportører der nede, en heter Marianne Mikko. Det er veldig synd, for vi ønsker å være med

det ble det ikke. Det var ganske hett og vanskelig å være der. Men vi var veldig glad for at vi kunne få lov til å oppleve de vanskelighetene der som opposisjonen egentlig har. Vanligvis er ikke opposisjonen i Tyrkia til stede i parlamentet når det er en flertallsregjering. Da har de ikke noe de skal ha sagt, og de er stort sett ikke til stede, men det er de selvfølgelig nå under en behandling som dette. Da de startet opp arbeidet med grunnloven, var alle fire partiene i parlamentet med. Men opposisjonen har falt av underveis. Det som ble presentert, kom nå fra noen av deres medarbeidere. Vi var der nede for to uker siden, og vi skal lage en ny rapport om Tyrkia. Tyrkia er i noe som heter postmonitoring, det vil si at de er under en svak form for postmonitoring, det vil si at de er under en svak form for overvåking av Europarådet. Det tegner nok til at de skal gå tilbake til en monitoring, som er en mye sterkere form for overvåking, men som de ikke vil. De skjønte det ville komme ut fra vår rapport, og derfor skjedde det, som ministeren nevnte, at de opphevet noe på arrestasjonene og varetektsfengsling. Det kom fordi vi i Europarådet i slutten av måneden skulle ta opp akkurat denne saken om hvorvidt de skulle gå til Nå ble det ingen debatt i salen, men vi har kommet med et strengt «statement» som vi har lagt ut om dette. Jeg har i dag vært i kontakt med rådgiveren til presidenten i Tyrkia, og det er derfor jeg kan si at de elleve parlamentarikerne ennå er fengslet. Men noe som kanskje er like ille som at de elleve parlamentarikerne er fengslet, og som vi også burde se på, er at 150 000 har mistet arbeidet sitt etter som vi også burde se på, er at 150 000 har mistet arbeidet sitt etter kuppet. Jeg besøkte ombudsmannen i Tyrkia, og han fortalte at 150 000 – politifolk, folk som jobber på universitetet og i helsevesenet, dommere – har mistet jobbet sin. De er egentlig ikke-eksisterende, for de er fratatt pass og får heller ikke lov til å jobbe andre steder. Så det er også noe som jeg vil be om blir tatt med i vurderingen av hva vi skal gjøre når det skal

at ein alltid skriv innlegget sitt ut frå kva ein trur vil verte sagt frå ein som skal halde ein tale, og så får ein ikkje gjort noko med det når talen ikkje viser seg heilt å verte slik. Eg lurer på om det kanskje var det representanten Tybring-Gjedde kom i skade for å gjere, for eg trur ikkje mine innlegg var spesielt svart-kvite, og iallfall tok eg ikkje til orde for ein diplomatisk boikott. Eg tok heller ikkje til orde for at vi først og fremst skal ha einsidige tiltak. Snarare tvert om presiserte eg at det var tiltak i samråd med våre alliansar, f.eks. Europarådet, som vil vere dei mest effektfulle, sjølv om det er enkelte ting vi kan gjere sjølve. Men på eit punkt trur eg det kom fram ei viktig ueinigheit. Det mest styrande og viktige med Tyrkia for norsk utanrikspolitikk er deira rolle som portvaktar, som ein viktig aktør, og som ein som har – skal vi seie – gjort handteringa av flyktningkrisa lettare for Europa – ei heilt reell rolle dei har eller om det er den dreiinga i demokrati og menneskerettar som går føre seg i Tyrkia og i ein god del andre land òg i den vestlege verda, som er det mest sentrale. Der forstår eg representanten Tybring-Gjedde slik at han meiner at det er rolla i samband med flyktningkrisa som er viktigast for Noreg. Eg trur nok eg meiner at det mest bekymringsfulle som skjer i ei rekkje land no i den vestlege verda, i den vestlege verda, er den dreiinga mot meir autoritære styreformer, svekking av menneskerettar og demokrati fordi det går til kjernen av noko av det viktigaste vi som samfunn har bygd opp, og fordi endringar den vegen får så vidtrekkjande konsekvensar i dei landa for måten dei fungerer på. Slik sett følte eg at representanten Tybring-Gjedde i sitt innlegg batt saman både det demonstrasjonane her ute føregår imot, og det vi debatterer her inne, med nettopp den diskusjonen som pågår i den vestlege verda, om muslimsk innvandring til vestlege land er ein større trussel enn det å redusere menneskerettar og svekkje demokratia våre. Eg meiner heilt openbert at det siste er ei langt større og farlegare utfordring

og at han tek opp dei spørsmåla og jobbar saman med våre allierte f.eks. innan EU – vi er jo ikkje allierte direkte, vi er ikkje medlem i EU – men med våre nære samarbeidspartnarar i EU. Det meiner eg vil vere viktig i

multilaterale mekanismene og FNs menneskerettighetsråd, men ikke minst er både Europarådet og OSSE helt avgjørende her. Jeg er også enig i at Tyrkia er spesielt bekymringsfullt, men vi ser at menneskerettigheter og verdier som vi kanskje har tatt for gitt, er under press ikke bare langt unna, men også i vår egen verdensdel. Tyrkia er ett eksempel. Jeg skal til Polen i neste uke, og det å måtte ta opp menneskerettigheter og grunnleggende spørsmål også på en reise til Polen er faktisk noe nytt. Vi har også en manglende konvergens i EU, for å si det veldig diplomatisk, rundt disse spørsmålene, som jeg vet bekymrer også EUs ledelse. Jeg er også enig i at det å ta et stort humanitært ansvar og det å ta imot flyktninger, det å måtte håndtere voldelig ekstremisme og over 30 terrorangrep ikke er noen unnskyldning for ikke å forholde seg til menneskerettigheter

representanten Skei Grande var inne på – de fortjener honnør for det. Det er også forståelig at når Tyrkia blir utsatt for voldelig ekstremisme og terror, må de ta nødvendige skritt. Og med et forsøk på militærkupp har de rett til å innføre unntakstilstand, men det skal også skje innenfor rettsstatens rammer, og der har Veneziakommisjonen påpekt også de bruddene. Vi vil fra regjeringens side fortsette å ta opp menneskerettigheter i nær dialog med ledelsen i Tyrkia. Vi vil ytterligere trappe opp støtten til ytringsfrihetsorganisasjoner og uavhengige medier i Tyrkia og også være til stede under rettsoppgjør for å ivareta disses interesser. Debatten i sak nr. 5 er avsluttet. Ingen har bedt om ordet. Ingen har bedt om ordet. Under debatten er det

jeg

så er det
neste sommer, er